reelle virkningene av bistanden vår. Vi lever i en mer og mer integrert verden, der avgjørelser og enkeltsteder påvirker norsk politikk på mange områder. Vi har likevel ikke store forskningsprogram om hvordan handelsprogrammene påvirker oss, og hvordan det internasjonale samarbeidet gjør det på samme måte som klimautfordringene setter hele det internasjonale politiske systemet under et stort press, med store forventninger, uten at vi egentlig forsker på hvordan mekanismene utvikler seg. Vi gir også penger via Utenriksdepartementet til forskning som skjer i utlandet. Da er det viktig å ha en strategi for hvordan man skal få en synergi norske institusjoner. Og vi bør ha det som kalles et forskningsbasert diplomati, der vi bygger relasjoner til institusjoner som kan utfylle den typen aktører som vi har i Norge. Venstre ønsket å skifte regjering fordi vi bl.a. ville ha et stort løft på Spørsmålet er hva som er løftet på det området som er utenriksministerens ansvar. Hva er strategien, og er det mulig å få dette inn som en del av langtidsplanen for forskninga, som vi syns har vært så viktig å få på plass? Jeg tror at forskning på utenrikspolitikk, på hele bistandsfeltet og på det som er utenriksministerens ansvar, også trenger en egen strategi

gode forskningsmiljøer på utenrikspolitikk, både i instituttsektoren og ved universitetene. De utgjør en viktig utenrikspolitisk ressurs, som vi må forvalte godt. Forskningsbasert kunnskap har alltid vært viktig som grunnlag for utforming og gjennomføring av norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Et eksempel er vår rolle som hav-, ressurs- og energinasjon. Forskningsbasert kunnskap er selve navet i strategi- og politikkutvikling på disse vitale interesseområdene for Norge. Turbulent globalisering, som interpellanten var inne på, og markant geopolitisk endring utfordrer norske interesser og skjerper behovet ytterligere for et godt oppdatert Derfor står dialogen med forskningsmiljøer i inn- og utland sentralt i arbeidet med veivalgmeldingen som blir lagt frem for Stortinget vårsesjonen 2017. Det er jo et av munnhellene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk at utenriks- og sikkerhetspolitikken ligger fast, men med de endringene vi i dag opplever, tror jeg nok det er mer presist å si at verdiene bak vår utenriks- og sikkerhetspolitikk ligger helt klart fast, men vi må også foreta justeringer fra vår side, i og med at det utenriks- og sikkerhetspolitiske landskapet endrer seg. Og det endrer seg ganske raskt. Vi ser at det som skjer utenfor landets grenser, preger oss i Norge mer og mer. Endringer i Eritrea kan vi merke på Svinesund noen uker etter at de skjer i Asmara. Når det gjelder dialog med viktige forsknings- og universitetsmiljøer i Norge, er det også vesentlig at vi går utenfor hovedstaden. Det er mye god kompetanse i Oslo, men det er det også rundt omkring i Senest mandag i denne uken utfordret jeg universitetsmiljøet i Kristiansand, på et interessant veivalgmøte der. Uken før drøftet jeg strategier for å hjelpe sårbare stater, under et veivalgarrangement i samarbeid med tankesmien Atlantic Council i Washington DC, og strategier for nordområdene med Carnegie Foundation i Brussel, hvor det også var med ledende representanter fra det viktige EU-miljøet i Brussel. Her hjemme arrangerer Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, nå en rekke med ekspertseminarer for å bidra med faglige, tunge innspill til den såkalte veivalgmeldingen. Jeg vil i all mulig korthet trekke frem en del hovedområder for hvordan Utenriksdepartementet arbeider med kunnskap og forskning. For det første: Utenriksdepartementets ansatte bruker og fortolker forskningsbasert kunnskap fra det globale kunnskapsmarkedet i daglig arbeid for å fremme norske interesser. For det andre: Utenriksdepartementet finansierer selv en rekke prosjekter i samarbeid med internasjonale kunnskaps- og forskningsmiljøer for å styrke beslutningsgrunnlaget på prioriterte politikkområder, som f. eks. fred og forsoning, sårbare stater og globale energi- og miljøspørsmål. For det tredje: Utenriksdepartementet samarbeider tett med norske utenrikspolitiske forskningsmiljøer og bidrar med midler til både langsiktig forskning gjennom Forskningsrådet og mer anvendt forskning, utredninger og konsulentbistand. For det fjerde: Et viktig satsingsområde i utviklingspolitikken har lenge vært å støtte institusjoner for høyere utdanning og som ledd i landenes innsats for å ta hånd om egen utvikling og bli uavhengig av internasjonal bistand. Interpellanten var inne på dette i den debatten vi hadde her i Stortinget – jeg tror det var under spontanspørretimen i går at dette kom opp – hvor jeg bekreftet at i den strategien vi har lagt for satsing på høyere utdanning og forskning i utviklingsland, Så det følges opp, det som representanten Skei Grande tok opp tidligere i uken. Kunnskapen vi får gjennom universitets- og høyskolesatsing på disse områdene, bidrar til at vi styrker kvaliteten på utenrikspolitikken og øker handlingsrommet vårt. Men det er viktig at Stortinget også er kjent med utfordringer og dilemmaer vi forholder oss til i løpende politikkutvikling: For det første: Det fullstendig ubegrensede tilfanget av kunnskap er en uendelig ressurs, men gjør det også krevende å lese, fordøye, fortolke og anvende forskningsbasert kunnskap, også den vi har bestilt selv. For det andre: Konkurransen i kunnskapsmarkedet er viktig, og anbudsreglementet skal sikre åpen konkurranse, kvalitet og uavhengighet. Samtidig opplever både Utenriksdepartementet og forskningsmiljøene utfordringer med hensyn til de raske endringene i situasjonen rundt oss. Vi må også være villig til å ta inn over oss nye impulser fortløpende, og vi må ikke være mer opptatt av kartet enn av terrenget. For det tredje: En stor del av midlene på dette området kommer fra bistandsbudsjettet. I en tid med prekære behov, ikke minst i sårbare stater, er det nødvendig å kalibrere dette skjønnsomt. Regjeringens politikk i disse spørsmålene rettes mot å utnytte det store mulighetsrommet forskningssamarbeid gir, og samtidig aktivt håndtere utfordringer og dilemmaer. Følgende er temaer og initiativer vi arbeider med nå: For det første: Arbeidet med kunnskap og forskning er av gode grunner fordelt på en rekke fagseksjoner i Utenriksdepartementet, og både Norad og mange utestasjoner samarbeider aktivt med eksterne kunnskapsmiljøer. Utenriksdepartementet har derfor nylig opprettet en egen fagdirektør for forskning, for å samordne og bidra til best mulig synergi i departementets arbeid med kunnskap og forskning. For det andre: Departementet arbeider nå med en helhetlig strategi for forskning på det utenriks- og utviklingspolitiske området. området. Vi tar sikte på å ha strategien ferdig i løpet av 2016 eller i begynnelsen av 2017. For det tredje: Utenriksdepartementet samarbeider tett med Norges forskningsråd og kanaliserer hvert år betydelige summer til langsiktig forskning gjennom Forskningsrådet. Utenriksdepartementet følger også arbeidet med langtidsplanen for forskning og arbeider for at utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål i større grad skal inkluderes i sentralt finansierte For det fjerde: Vi samarbeider godt med norske forskningsmiljøer om hvordan vi kan videreføre og styrke den mer løpende interaksjonen mellom de ulike institusjonene og utenrikstjenesten. Vi har akkurat nå på trappene et opplegg for rammeavtale for bidrag på sentrale utviklingspolitiske forsknings- og utredningstemaer som vil legges ut på anbud, og hvor vi håper på aktiv respons fra relevante For det femte: Vi er i ferd med å gjennomføre ordninger hvor støtte til utenlandske forskningsmiljøer og tankesmier betinges av dokumentert vilje til samarbeid med norske institusjoner der disse har relevant kompetanse. For det sjette: Vi har opprettet flere møteplasser hvor norske og internasjonale kunnskapsmiljøer kan spille aktivt inn til den kommende veivalgmeldingen. Tilsvarende plattformer for dialog har vært laget med sivilsamfunn og forskningsaktører i forbindelse med andre meldinger og

Stortinget. Da kan det være interessant å høre med utenriksministeren hvilke føringer han har lagt for de midlene som er bevilget i år, og hvilken tankegang som ligger bak bruken av den potten i statsbudsjettet. For det andre sies det at Forskningsrådet drømmer om igjen å kunne ha et eget program

Jeg håper mange av de aspektene som vi tok med her, blir tatt med når man skal jobbe fram en strategi, for det er viktig å ha langsiktighet når man skal klare å bygge fagmiljø i Norge, for vi har ofte skjøre og små miljøer, og da er det viktig både å jobbe sammen med internasjonale miljøer og å jobbe langsiktig med hvordan man bygger fagmiljø som har høy kvalitet, også på det utenrikspolitiske feltet. Jeg er

miljøer i Norge til å jobbe mer med andre internasjonale miljøer. Men som jeg slo fast, vil vi også oppfordre internasjonale miljøer som ønsker å gjøre viktige oppdrag på vegne av Norge på forskningssiden, til å samarbeide mer med fagmiljøer i Norge som er av høy internasjonal kvalitet. Når det gjelder allokeringen av budsjetter til ulike felt, har interpellanten vært veldig opptatt av – jeg vil gi honnør til representanten Skei Grande for å ha tatt opp dette i den senere tid – viktigheten av en fri og uavhengig forskning. Når det gjelder de ressursene som allokeres til Forskningsrådet, er de av en annen karakter enn de mer anvendte forskningsmidlene, som Utenriksdepartementet og NORAD direkte disponerer, og som utenriksstasjonene kan benytte seg av. Jeg synes det var positivt at vi i Utenriksdepartementet fikk mulighet til å videreføre viktige forskningsprosjekter gjennom det budsjettet som ble vedtatt for inneværende år, og mye av de ressursene gikk til å videreføre programmer som allerede var påbegynt, eller som var planlagt. Når man ser fremover, må forsknings- og utviklingsmidlene gå til områder hvor man faglig sett mener at det er kunnskapshull, og dette er innspill som kommer opp i systemet. Blant annet er det et stort løft for Utenriksdepartementet at man skal utforme en strategi for sårbare stater. Hvordan skal man gjøre det, slik at sårbare stater ikke ender kollapser? Dette er et forferdelig vanskelig område, hvor det kreves stor kunnskap, erfaring, tyngde og

med andre ord en betydelig satsing. Kunnskap er kjernen i en bærekraftig utvikling av samfunns- og næringsliv. Kunnskaps- og kapasitetsutvikling i sør, kunnskapsutvikling om utviklingsrelaterte spørsmål i Norge og Norden, utviklingssamarbeid samt faglig styrking og kvalitetssikring er viktige elementer i norsk utviklingspolitikk. Satsing på kunnskap, erfaringsutveksling og forskning er viktig for å sikre at utviklingspolitikken blir mer kunnskapsbasert, og at den globale kompetansen øker og internasjonaliseringen av norske forskningsmiljø styrkes. Programmer som Olje for utvikling og Fisk for utvikling fungerer godt og bør utvikles videre da flere land ønsker å trekke erfaring fra norsk erfaring og kunnskap om naturressurser. Skatt for utvikling er også et program som skal bidra til bedre skattesystemer og økte skatteinntekter i land som ønsker et samarbeid på dette området. Bygging av nytt forskningsskip er vedtatt, og dette er svært viktig med tanke på å innhente informasjon om marine ressurser, miljø, klima samt bidra til økobasert fiskeriforvaltning på Afrikas kyst. Forskningssamarbeid med viktige kunnskapsnasjoner er betydningsfullt. Regjeringen har utarbeidet en strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan – den såkalte Disse landene står for en økende andel av verdens kunnskapsproduksjon og er viktige samarbeidsland for Norge. Regjeringen har satt av 32 mill. kr til oppfølging av Panorama-strategien. Det er gode spørsmål fra interpellanten og gode svar fra departementet og utenriksministeren i denne saken. Det er nok også noe av grunnen til en litt laber interesse fra salen. Jeg var også i tvil om jeg skulle ta ordet, men en av de tingene jeg hadde lyst til å nevne, var at i lys av dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det veldig positivt at regjeringen har satt av flere midler til forskning på russisk politikk samt innovasjon og konkurransekraft i nordområdene. Gjennom NORRUSS-programmet er det satt av 20 mill. kr til dette formålet fram til 2018. Målet med nordområdepolitikken er å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. For å lykkes med dette trenger vi forskning og ny

Det har skjedd før i mitt politiske liv at jeg har opplevd at når man skal diskutere forskning på Stortinget, er det bare Venstre og Høyre som tar ordet. Jeg syns det er litt leit. Og jeg tror ikke at representanten Halleraker har rett når han sier at det skyldes en glimrende interpellasjon fra meg og gode svar fra utenriksministeren. Jeg tror det er litt

og vi opplever altfor sjelden at forskere er med og setter standarden for hvilke temaer vi skal løfte opp. Det er for meg litt skremmende, for jeg vil gjerne ha en offentlig utenrikspolitisk debatt som er forskningsbasert. Jeg vil gjerne ha forskere som kommer med ulike meninger og utfordrer våre utenrikspolitiske Jeg vil gjerne ha forskere som utfordrer oss på noe vi i denne salen bruker en stor del av utgiftene til, nemlig bistand, som nesten ikke blir debattert, med tanke på størrelsen på summene vi bruker på det. Jeg vil gjerne ha forskere som utfordrer oss, men som også evaluerer den politikken vi driver med. Så jeg syns det er litt leit at det bare er Venstre og Høyre som tar ordet på et så viktig felt. Det er så mye penger i denne salen, og det er et så viktig område for et land som Norge. Jeg håper at når utenriksministeren er ferdig med sin strategi, får vi debattert den på et eller annet vis. Han proklamerte ikke akkurat en stortingsmelding om det, han proklamerte intern strategi, men da får det være vår utfordring å klare å få til en offentlig debatt om den når det gjelder hvordan vi skal klare å bruke og styrke de forskningsmiljøene vi har i Norge, for å styrke det utenrikspolitiske ordskiftet på en bedre måte, sørge for at vi har kvalitet på de vurderingene vi gjør, og sørge for at det er forskningsbasert informasjon bak de salen. For meg var dette et lite varsko og en liten alarmmelding om det manglende engasjementet, og jeg håper at de forskerne der ute som bruker livet sitt på dette, ikke mister motet av at det bare er to partier som tar ordet, for den jobben de gjør, er kjempeviktig, og jeg kommer i hvert fall til å forfølge dette framover.

Men for å ta litt av de overordnede tallene, så bruker vi ca. én milliard kroner til forskning gjennom Utenriksdepartementet. Ca. 90 pst. av denne forskningen er bistandsrelatert, 10 pst. går til forskning innenfor sikkerhetspolitikk, mer geopolitiske spørsmål, som ikke er bistandsfinansiert. Av den knappe milliarden går ca. 100 mill. kr – 80–100 mill. kr – til forskningsinstituttene i Norge. Men alle disse tallene er med visse forbehold, det er bare for å vise litt størrelsene og områdene som blir prioritert, som interpellanten også var inne på og ønsket noe mer utdypning av. Av den knappe milliarden går ca. 200–300 mill. kr til satsing på høyere utdanning og forskning i utviklingsland. Der er det et stort program for at det vi løfter innenfor utdanning, skal kunne følges opp også med høyere utdanningsmuligheter og forskningsmiljøer i utviklingsland. En stor og tung del er forskning om ressursforvaltning i vid forstand. Det går på landbruk, skogbruk, fiskeri, energi, miljø,

og sikkerhet og konfliktforebygging. Jeg har et ønske om å løfte det fremover. Der trenger vi rett og slett mer kunnskap for å kunne utforme en god politikk. Jeg vil gjerne takke interpellanten igjen for muligheten til å redegjøre for dette og involvere Stortinget i utviklingen av den strategien. Jeg synes det er veldig bra å få konstruktive innspill når vi nå skal utforme denne strategien, i tråd med også de ulike aktørene innenfor feltet.

Så vet jeg

president,
Så er jeg enig med

jeg ikke

Ja, det

nei til
Før Stortinget går til votering, åpner presidenten for at Ketil Kjenseth skal få fremme et representantforslag. Bakgrunnen er at det har vært en misforståelse om dette. Det bør ikke bli en vane. Takk for det, president. Det skal aldri gjenta seg. På vegne av representantene Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og meg selv skal jeg få framsette et representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren. Representantforslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Da vil Stortinget gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 15 forslag. Det er alt 15 forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Kjersti Toppe på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 4, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 5–8, fra Kjersti Toppe på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forslagene nr. 9 og 10, fra Olaug V. Bollestad på vegne av Kristelig Folkeparti forslagene nr. 11–14, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet forslag nr. 15,

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt frem et forslag fra Ketil Kjenseth på vegne av Venstre. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en

til forslaget. Under debatten er det satt frem et forslag fra Roy Steffensen på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Presidenten antar at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skal stemme imot. Dette er altså en skarp votering.

Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noe ordet før møtet heves? Så synes
Ja, jeg